for. Jeg mente å høre at kulturministeren sa at Arbeiderpartiet ikke vil samarbeide med private aktører, kun ha pengene. Det er, med respekt å melde, feil. Den kulturministeren som virkelig systematiserte og styrket samarbeidet mellom offentlige og private, var Åse Kleveland i sin tid. Jeg har ledet en stor kulturinstitusjon som heter Festspillene i Nord-Norge. Det var en sann glede å samarbeide med veldig mange private aktører. De gikk inn både som sponsorer, dvs. kom med penger, og de deltok med liv og lyst med sine ansatte og med sine forretningsforbindelser. Men det var jeg som kunstnerisk leder som programmerte festspillene. Hvis vi skulle ha sett dette som en gaveforsterkningsordning i miniatyr, så hadde Statoil, Telenor og Sparebanken Nord-Norge kommet til meg og sagt: «Knutsen, hvis du setter den kunstneren på scenen, så skal du få 500 000 kr. Hvis du da setter den kunstneren på scenen, så skal du få 200 000 kr forutsatt at du kommer med samme beløpet selv». Alle skjønner at det hadde båret galt av sted. Det var jeg som kunstnerisk leder som hadde ansvaret for å programmere, og så var det et veldig flott, spennende og sterkt samarbeid med de private aktørene, som altså kom med penger til festspillene, og som deltok med liv og lyst. Nå er det selvfølgelig ikke riktig å sammenligne Festspillene i Nord-Norge med nasjonen Norge og kulturlivet i landet, men det jeg tenker, er at vi i denne salen som har fått et mandat fra folk gjennom valg, har et ansvar for å legge grunnlaget og de overordnede retningslinjene og politiske føringene for kulturpolitikken. Vi må legge til rette for at de hundre blomster kan blomstre. Vi må legge til rette for, sørge for, at vi har gode fordelinger mellom de ulike delene av kulturlivet. Vi har ansvar for å legge til rette for at det er kunstnerisk aktivitet over hele landet. Da kan det ikke være sånn at vi gir fra oss prioriteringsverktøyet til private aktører og dem som har de største formuene fra før. Vi skal samarbeide med private på en god, tett og nær måte, som jeg har god erfaring med, men den overordnede kulturpolitikken og fordelingen av ressursene må først og fremst skje i dette hus – da kan hundre kunstneriske blomster

landet. Det hadde vi håpet at hele Stortinget kunne vært med på, og derfor er jeg forundret over at statsråden hisser seg veldig opp over dette. Jeg tror det var representanten Ib Thomsen som var inne på det, og som sa at han kunne forstå at det kunne være litt større utfordringer å få midler i områder der det bor færre folk. Den forståelsen hadde jeg håpet at flertallet kunne hatt, og at vi kunne ha gått gjennom saken og sett på om det faktisk er sånn. Vi har ikke noe imot at det er noen velvillige sjeler med en formue som har lyst til å donere penger til en institusjon – det synes vi bare er flott. Men at det da samtidig skal utløse statlige midler, setter vi spørsmålstegn ved, og ved hvordan likefordelingen da blir. Vi vet jo også, som representanten Bekkevold var inne på, at det er et kjempeetterslep innenfor museumssektoren. Det tror jeg gjelder landet over, og ikke bare for noen få museer, men veldig mange steder. Så litt om momskompensasjonsordningen. Den blir jo heftig forsvart nå i og med at søknadstidspunktet er flyttet til våren. Det er veldig bra. Men jeg synes også der at representanten Thomsen hadde et veldig godt svar, med at søknadstidspunktet er flyttet til våren. Det er veldig bra. Men jeg synes også der at representanten Thomsen hadde et veldig godt svar, at det er kanskje ikke er den type finansieringsmetoder Finansdepartementet foretrekker. Da tror jeg det er mye bedre å gi et ærlig svar på det og si at en sliter med å få overbevist finansministeren, i stedet for å gå hardt ut og forsvare at dette er den mest forutsigbare ordningen. Det er flere som har pekt på at det faktisk ikke er en veldig gjerne sett at det hadde vært en mer forutsigbar ordning for de ulike idrettslagene og organisasjonene rundt omkring som tar på seg en stor oppgave på vegne av frivilligheten. Representanten Hege Haukeland Liadal har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Jeg skal være kort. Jeg må si at jeg blir og forundret over at man sammenligner gaveforsterkningsordningen med innsamlede midler, dugnadsinnsats, loddsalg og vafler. Det er dugnadsinnsatsen, kommuner og tippemidler i sum som bygger idrettsanlegg i hele landet. hele landet. Når det gjelder forslaget om Tynset og Norsk helsearkiv,

hadde utarbeidet, var svært dyrt, og at det burde være mulig å få kostnadene betydelig ned. Det er også slik at Statsbygg senere har vurdert ulike justeringer av dette prosjektet, herunder alternative tomter på Tynset, uten at det har frembrakt en mulig løsning med betydelige kostnadsreduksjoner. Regjeringen har derfor konkludert med at en bør gå videre med en noe revidert innretning av dette tiltaket. Vi legger nå opp til å etablere et digitaliseringsanlegg for arkivsektoren på Tynset, som kjent, herunder arbeid med digitaliseringen av helsearkivene, og prøver da å se om det er mulig å få til en løsning med oppbevaring av permanente papirarkiver et annet sted. Vurderingen fra regjeringen er ikke annet enn at vi mener at prosjektet er for dyrt. Vi ser på om denne endringen kan oppnå en betydelig reduksjon i investeringskostnadene. investeringskostnadene. Det skal selvfølgelig understrekes at den aktiviteten som forutsettes lagt til Tynset, er meget arbeidsintensiv, og flesteparten av de nye arbeidsplassene dette tiltaket vil skape, vil bli på Tynset. Så en kort kommentar til dette som er mange som har vært innom det i debatten i dag, spesielt fra Arbeiderpartiet. Det er også sånn at da Arbeiderpartiet fremmet dette forslaget om 1 pst., utgjorde det samlet sett hva man klarte å få av ulike tiltak på ulike departementers ansvarsområde. Det var ikke bare Kulturdepartementet som den gangen var grunnlaget for det. det. Jeg synes det er en litt meningsløs øvelse, for å si det rett ut. Jeg har faktisk ikke prøvd å gjøre det en gang – å se på hvor mange ulike tiltak vi kunne definert inn under kulturtiltak på ulike departementers ansvarsområder. Men jeg synes det er en litt meningsløs øvelse i stedet for at vi konsentrerer oss om punkt 1, å sørge for at vi har et godt kvalitativt tilbud av kunst- og kulturproduksjoner over det ganske land, og å sørge for at det fremdeles er gode og

Kårstein Eidem Løvaas,

vi kunne hentet 40 mill. kr fra gavefradraget og vi kunne holdt på sånn, vi også, og kanskje kommet opp i 1 pst. Men det er ikke poenget, at vi skal måtte bruke så mye tid på det. Det er litt vanskelig å forstå. Jeg skal gjøre et unntak allikevel – bare for moro skyld. Hvis det er sånn at 1 pst. er nirvana, så lurer jeg på hvorfor – så vidt jeg klarer å regne meg fram til i hvert fall – ikke Arbeiderpartiets alternative budsjett har kommet fram til 1 pst. på kulturbudsjettet. Til noe annet: Jeg forsto representanten Grandes behov for å forsøke å forklare at de ikke, som vi sier i Vestfold, skylder 750 mill. kr på budsjettet for å få det i balanse, men det gjør de altså. Da blir alle satsingene litt hule, all den tid man ikke har inndekning. For det er, for å prøve å forklare det, slik at i det alternative budsjettet

ofte. Han skriver: «Kulturbudsjettet har ikkje gått ned, men opp. Så også i år, med over ein halv milliard, eller 4,5 prosent. Då skal du vera godt plassert i den politiske opposisjonen eller i LO-tilknytta fagforeiningar for å snakka om at «kulturen tapar» eller «massive kutt».» Vi må slutte å kalle det kutt når det i realiteten er en økning. Så helt til slutt: Noen pekte på at vi ønsker å reversere på en del viktige områder. Det alternative budsjettet til Arbeiderpartiet hadde også reverseringer. Man ønsker å ta bort talentordningen, og man ønsker å ta bort gaveforsterkningsordningen. Jeg synes sammenligningen når det gjelder gaveforsterkningsordningen, er svært relevant når det gjelder idrettsanlegg. Det handler om installasjoner og kulturtilbud som er viktig for folk, som er viktig for dem som bruker dem, og det er også viktig for dem som er med og bidrar. Og rundt f.eks. museene er det også store frivillige miljøer som bidrar, så det er en svært relevant sammenlikning. Representanten Geir Jørgen Bekkevold har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad,

at private midler må komme som et supplement til fortsatt høye offentlige tilskudd – bare sånn at jeg har klart å plassere det riktig i denne debatten. Representanten Anette Trettebergstuen har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, minutt. Statsråden kan gjerne forsøke å snakke seg bort fra det faktum at regjeringen har valgt å la være å etablere det arkivprosjektet og de arbeidsplassene som et helt lokalsamfunn og et fylke er lovet. Det er et politisk valg, det er et politisk svik, og argumentasjonen til regjeringen holder ikke vann. Men som sagt, dette blir en sak kulturkomiteen. Vi er tydelige i våre prioriteringer i kulturbudsjettet. Vi ba selv om evaluering av Kulturløftet, og vi følger det opp, bl.a. med satsing på kunstnerlønn. Det er bra med gode intensjoner og politisk støtte fra posisjonen, men kunstnere kan ikke leve av gode ord og politisk støtte. Jeg er derfor skuffet over manglende flertall for f.eks. kunstnerassistentordningen. Denne debatten viser helt klart at det trengs et skifte i kulturpolitikken. Det nest siste innlegget viser nettopp det. Dersom representanten Løvaas mener og tror at institusjoner får en økning i årets kulturbudsjett, tar han feil. Det er bare å spørre institusjonene selv. Økningen på kulturbudsjettet spises opp av lønns- og prisvekst. Det betyr mindre kultur og kunst i institusjoner over hele landet. Det landet. Det var statsrådens innlegg om arkivetablering som fikk meg til å ta ordet. Det ble sagt mye som ikke var sant i det innlegget. Det ene er at prosjektet var dårlig utredet på forhånd. Det var det ikke. Det lå penger i budsjettet for 2014, som regjeringen valgte å fjerne, og som Denne kommunen, som er en liten kommune, hadde lagt ned over 30 mill. kr i forberedelser til et prosjekt som var kvalitetssikret av Arkivverket og av alle de faglige instansene som har kompetanse på området. Da regjeringen så fjernet prosjektet, var både statsråd og statssekretærer ute og lovte at etableringen skulle skje samlet på Tynset. Hva opplever vi så? Budsjett etter budsjett går. Det skjer ingen ting, og så kommer det til slutt en løsning som man sier er basert på en rapport fra Jeg har spurt statsråden i skriftlig spørsmål om å få se det underliggende materialet for å kunne kontrollere det statsråden nå står og sier her. Jeg har fått til svar at nei, den rapporten får vi ikke se. Vi får altså ikke se det grunnlaget som statsråden sier dokumenterer at dette prosjektet ble for dyrt. Dette holder ikke vann. Dette er et politisk røvertokt fra denne regjeringen som har fjernet en av de store distriktspolitiske satsingene som den rød-grønne regjeringen hadde helt gryteklar. Vi var sågar der oppe og stakk spaden i jorda for å sette i gang prosjektet. Det var ingen faglige instanser som var mot det. Det handler bare om at dette ikke er regjeringens prosjekt. Her har man presentert en kvasiløsning i dette budsjettet, som ikke er finansiert, der man sier at det skal komme arbeidsplasser på Tynset. De er ikke finansiert. Men man har valgt å legge arkivløsningen enten til Dora i Trondheim eller til Brønnøysund. Det vet man heller ikke. Så hele prosjektet er i det blå, for å si det rett ut. Jeg tror Høyre på Tynset er nesten nedlagt nå, og det skjønner jeg godt. Dette er virkelig et politisk røvertokt av de store og stygge. Dette var et prosjekt av god kvalitet man kunne plassere i en liten distriktskommune, men man ville ikke. Man har ødelagt en av de viktige distriktspolitiske satsingene som var gryteklare. Jeg vet også at saken nå har vakt en viss interesse i Stortingets kontroll- og Presidenten er litt usikker på om uttrykket «politisk røvertokt» ligger innenfor det man burde sagt. Arild Grande har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Jeg har bare en liten stemmeforklaring til slutt. Det går på Filmparken på Jar og innstillingens VII om salg av statens aksjer i om salg av statens aksjer i Filmparken AS. Vi støtter det, men jeg har bare behov for å understreke at bransjen har vært opptatt av at med ny incentivordning som gledelig kommer på plass, må det også være infrastruktur som legger til rette for det. Hvis statsråden bare kan nikke til at det er dialog med bransjen om hvordan man kan stadig utvikle incentivordningen, slår vi oss til ro med det og vil derfor støtte det forslaget, bare så det er uttrykt fra talerstolen. Så har debatten vært preget av at regjeringspartiene har skrytt av egen politikk og opposisjonen har fremmet sine egne forslag. Det er rett og rimelig. Vi startet med trønderrocken, og jeg vil avslutte med en annen trønderpoet, Olav Duun, som «Verda er vakker ho, berre du ser ho frå den rette kanten.» Og sånn er det vel med politikken også. Jeg vil først på vegne av Høyre og Fremskrittspartiet bekrefte at vi fortsatt stemmer for det

så takk til dere alle for fleksibilitet og raushet og samarbeid som gjorde at vi kom i mål med merknader på rekordtid og fikk ryddet i alt som heter forslag, og hva som skal henge sammen med hva. Det var ingen selvfølge at det skulle gå så fort. Takk også for en god debatt her i salen i dag. Flere har ikke bedt om ordet til sakene nr. 1, 2 og 3. Etter ønske fra familie- og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

anses vedtatt. Innføringen av en helhetlig, nasjonal filmformidlingspolitikk er et viktig grep i filmmeldingen som ble behandlet i Stortinget forrige uke. Dette grepet har vært etterlyst av bransjen. Det er bred politisk enighet om at det er et statlig ansvar å bidra til forutsigbar og stabil finansiering av viktige oppgaver for finansiering av viktige oppgaver for formidling av filmkultur. Regjeringen ønsker å endre dagens ordning, der avgift for formidling av film og videogram i næring går til Norsk kino- og filmfond. Regjeringen vurderer det som mer formålstjenlig at avgiften inntektsføres på statsbudsjettet. Endringen som er foreslått i Prop. 5 L, er en teknisk oppfølging av forslag til bevilgningsvedtaket i statsbudsjettet fra Kulturdepartementet som nettopp er behandlet i denne salen, samt forslagene i filmmeldingen som ble her forrige tirsdag. Jeg er glad for at komiteen stilte seg bak denne endringen ved behandlingen av saken i alle disse stortingsdokumentene. Det medfører at avgiftsmidlene fra nå av i sin helhet kan gå til filmformidlingstiltak. Film & Kino, som hittil har forvaltet avgiftsmidlene i Norsk kino- og filmfond, har omdannet seg til en ren bransjeorganisasjon. Det er derfor ikke hensiktsmessig at Film & Kino forvalter midler som har form av en statlig avgift. Norsk filminstitutt er det best egnede forvaltningsorganet på filmområdet for å fordele tilskudd fra filmavgiften til filmformidling. Det blir replikkordskifte. Jeg vil i likhet med statsråden understreke at det blir replikkordskifte. Jeg vil i likhet med statsråden understreke at det er bred enighet om det som her legges fram. Jeg vil bare understreke at det er en justering i komiteen i forhold til det som statsråden la fram i sitt forslag, der vi viser til filmforliket og innstillingen i i forbindelse med stortingsmeldingen om ny filmpolitikk, der bruken av disse avgiftsmidlene er nærmere omtalt. Jeg vil be statsråden bekrefte at det er ivaretatt og kommer til å bli ivaretatt i det løpet som hun nå legger opp for bruken av avgiftsmidlene.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

Det anses vedtatt. Det fortsettes med en opprydning på lotterifeltet, og det er en enstemmig komité som slutter seg til lovforslaget. Extra er et privatlotteri regulert av lotteriloven, men har vært organisert i regi av Norsk Tipping og har vært underlagt Norsk Tippings ansvarlighetsregime. Slike hybridløsninger kan bidra til å vanne ut enerettsmodellens intensjon og dermed også utfordre unntaket Norge har til å beholde denne modellen. Det er naturlig at spillet overføres til Norsk Tippings ordinære portefølje da spillet er for stort til å søke konsesjon innenfor lotteriforskriften. Dagens lovendring sikrer likebehandling av private lotterioperatører. Komiteen registrerer at det er blitt konkludert med at ExtraSstiftelsen skal motta en fast andel av Norsk Tippings overskudd i fremtiden, og at denne andelen er satt til 6,4 pst. Komiteen er blitt gjort kjent med at det i salen i dag trolig vil bli fremmet et forslag om en annen prosentsats. Når Høyre og Fremskrittspartiet stemmer for proposisjonen, er det både fordi det ligger en grundig vurdering bak prosentsatsen, fordi den er høyere enn gjennomsnittet de syv foregående år, og fordi det å velge en annen prosentsats får litt preg av en tenk-på-et-tall-øvelse, noe som ikke er seriøst nok for en slik sak. Det er grunn til å minne om at denne satsen vil sikre stiftelsen en forutsigbar andel i årene fremover, mens fremtiden for selve spillet fremstår som noe mer usikker. Derfor slutter vi oss til proposisjonen, inkludert den overgangsordningen som er fremforhandlet med

ExtraStiftelsen. I dag skal Stortinget behandle et forslag fra regjeringa om i praksis å avgjøre utfallet av en pågående privatrettslig forhandling mellom et statsselskap og en privat ideell stiftelse. Det er i seg selv en veldig spesiell situasjon. På den ene siden av bordet: Norsk Tipping, eid av staten og under instruksjon av På den andre siden av bordet: ExtraStiftelsen, eid av 30 ideelle og frivillige organisasjoner som arbeider med helse- og rehabiliteringsformål. Den andre forhandlingspartneren er her dypt uenig i premissene for lovendringa, slik den er presentert i proposisjonen fra departementet, og slik komiteen legger til grunn. Denne uenigheten har departementet og komiteen valgt å se bort fra. Det gjør situasjonen ekstra Det har vært en debatt om denne saken i offentligheten, selv om komiteens innstilling ikke reflekterer det. I denne debatten har kulturministeren vektlagt at ExtraStiftelsen må forholde seg til det nye regelverket, på linje med andre aktører. Dette er en sak som er arvet fra den forrige regjeringa, og som følger av ESAs kritikk av hvordan regelverk for private spillaktører har vært praktisert. For å ha det klart: Dette er det ingen som betviler. Det er forståelig og forstått. Det er ingen som i dag foreslår at helse- og rehabiliteringsformål gjennom skal ha særbehandling utenfor enerettsmodellen i framtida. Til det er omsetninga for stor. Det er altså ikke noe som «flagrer» her – for å henvise til representanten Eidem Løvaas’ innlegg tidligere i dag. Uenigheten handler om hvordan denne prosessen er håndtert, og om størrelsen på vederlaget for overdragelse. Regjeringen foreslår 6,4 pst., mens ExtraStiftelsen, eierne av spillet, mener at 9 pst. ville vært en riktig fastsettelse. fastsettelse. Spørsmålet om eierskap er sentralt i denne debatten. Departementet har i proposisjonen lagt til grunn at Norsk Tipping og ExtraStiftelsen har delt eierskap til spillet Extra. Dette er ExtraStiftelsen dypt uenig i, og det har heller ikke dekning i avtalen mellom partene. I avtalen snakkes det om en delt eierrådighet, og i jussen er det noe Riksrevisjonen plikter å føre tilsyn med alle Norsk Tippings eiendeler som et statlig selskap, men har aldri ført tilsyn med spillet Extra. Det er spesielt at komiteen enstemmig går inn for noe som tilsynelatende hviler på en så grunnleggende feil, for eierskap har naturligvis konsekvenser for verdifastsettelse og i neste omgang et vederlag. Det foreligger to vurderinger av stiftelsens verdi: den ene av konsulentselskapet Oslo Economics, som vurderer verdien av Extra til et sted mellom 2 mrd. kr og 5 mrd. kr, og den andre av Norsk Tipping, som anslår verdien til 600 000 kr – et spill som altså har en årlig omsetning på 1 mrd. kr. Regjeringa legger Norsk Tippings vurdering til grunn. Har komiteen i det hele tatt gått inn i dette spørsmålet?

Men det er det Stortinget er i ferd med å pålegge styret i ExtraStiftelsen å gjøre. Er det rimelig, mens forhandlingene ennå pågår? Bak hele denne debatten ligger det en størrelse som kalles operatørgodtgjørelse, en markedsavgift på 27,5 pst. etter premier og drift, som er det Norsk Tipping har krevd som vederlag for spillet den direkte konsekvensen av at ExtraStiftelsen må betale en tredjedel av spilleoverskuddet til Norsk Tipping i stedet for til helse- og rehabiliteringsformål. Om avgiftens størrelse er rimelig, eller om pengene i realiteten har gått til administrasjon eller øvrige formål, er vanskelig å si, ettersom Norsk Tipping selv har tonet ned behovet for en kompensasjon til overskuddsmottakerne og selskapet for øvrig er unntatt offentlighetsloven. offentlighetsloven. Spillkonsesjonen for Extra-spillet løper ut 31. desember. Vi har det travelt i denne saken, og jeg synes det er med litt vond smak i munnen jeg står her i dag, i en forhandling som pågår mellom aktører som er underlagt statlig lovregulering. ExtraStiftelsen har sendt søknad om utvidet lotteritillatelse, ettersom forhandlingene ikke er ferdige. Jeg legger til grunn at dette er årsaken til at saken har fått en så rask behandling i komiteen. Venstre fremmer her i dag et forslag om å øke midlene til helse- og rehabiliteringsformål til 7,7 pst. Det er lagt fram i forståelse med ExtraStiftelsen. For Venstres del ønsker vi at mellomlegget skal gå til ungdomshelseformål – og det er et godt formål – i denne saken. Representanten Ketil Kjenseth har tatt opp det forslaget han refererte til.

refererte til. Jeg har tidligere i desember stått på denne talerstolen og forklart hvordan regjeringen var nødt til å gjennomføre en rask opprydning i lotteriregelverket etter at ESA åpnet sak mot Norge. ESAs hovedinnvending var at tidligere regelverk og praksis åpnet opp for forskjellsbehandling av aktører på det private lotterimarkedet. Lovforslaget som Stortinget har til behandling i dag, er en konsekvens av opprydningen som regjeringen gjennomfører på lotterifeltet. ExtraStiftelsen har gjennom mange år nytt godt av en særbehandling og har kunnet tilby et lotteri av en størrelse som andre aktører ikke har fått mulighet til. En slik særbehandling kan ikke fortsette – det er rett og slett ikke lov etter ExtraStiftelsen må i framtiden forholde seg til et nytt regelverk på lik linje med andre aktører. Dette innebærer at den ordningen som stiftelsen har hatt med unntak fra lotteriregelverket, nå må avvikles. Det har vært sterk politisk vilje fra regjeringens side til å sikre helseformål inntekter også etter at lotteriregelverket er endret. Jeg har hatt en omfattende dialog med ExtraStiftelsen for å komme fram til en løsning for helseformålene. I disse møtene har jeg fått forståelsen av at det har vært enighet om prinsippene for en løsning: Spillet Extra overføres til Norsk Tipping mot at ExtraStiftelsen får en fast andel av Norsk Tippings overskudd i men jeg har imidlertid et ansvar også overfor de andre formålene som mottar overskudd fra Norsk Tipping. Andelen som er foreslått til ExtraStiftelsen, gir god balanse mellom hensynet til helseformålene og hensynet til øvrige formål. Andelen er beregnet ut fra hvilken andel overskuddet fra spillet Extra over tid har utgjort av Norsk Tippings totale overskudd og spillets framtidsutsikter. Jeg har merket meg at en samlet komité går inn for departementets forslag om at 6,4 pst. av Norsk Tippings overskudd skal tilfalle helseformål til fordeling gjennom ExtraStiftelsen. Etter min mening er dette en svært god løsning for ExtraStiftelsen. Stiftelsen får større økonomisk trygghet. De blir ikke avhengige av utviklingen til kun ett lotteri. I tillegg vil de få del i en eventuell framtidig omsetningsøkning hos Norsk Tipping. Det er en forutsetning for lovforslaget at det gjennomføres en privatrettslig overdragelse av eierskapet til Lovendringen vil ikke kunne tre i kraft før en slik overdragelse har funnet sted. Dette begynner å haste. Dessverre har man så langt ikke kommet til enighet om en avtale om overdragelse av spillet. Senest på fredag hadde jeg et møte med ExtraStiftelsen om saken. På møtet ga stiftelsen uttrykk for at de ikke ville inngå en avtale slik saken står nå. ExtraStiftelsen ønsker ytterligere kompensasjon enn det som er foreslått i lovproposisjonen. Jeg har registrert at ExtraStiftelsen i går på et ekstraordinært medlemsmøte vedtok støtte til at stiftelsens styre fortsetter arbeidet med å heve helseformålenes andel av tippemidlene. Jeg vil gjøre det veldig klart for Stortinget at jeg ikke kan tilby ExtraStiftelsen annet enn det som er forutsatt i proposisjonen – at spillet Extra overdras til Norsk Tipping uten ytterligere vederlag mot at helseformålene får en fast andel av Norsk Tippings overskudd. En tilleggskompensasjon for spillet Extra vil medføre at Stortinget fatter et vedtak basert på feil forutsetninger. Det kan jeg ikke stå inne for. Videre kan jeg heller ikke se noen mulighet for at ExtraStiftelsen kan få en ny lotteritillatelse etter nyttår til å drive spillet Extra videre i det formatet det har i dag. ExtraStiftelsens nåværende lotteritillatelse utløper ved årsskiftet. Slik jeg ser det, er det ikke hjemmel i regelverket til en forlengelse av dagens tillatelse. I møtet jeg hadde med ExtraStiftelsen på fredag, ga jeg uttrykkelig beskjed om disse punktene. Loven må sanksjoneres før jul dersom spillet Extra fortsatt skal kunne tilbys som i dag også etter nyttår. Dersom spillet må stanse opp fra nyttår, vil det trolig aldri komme i gang igjen. Det er ennå tid igjen, men tiden er i ferd med å løpe fra oss. fra oss. ExtraStiftelsen gir støtte til mange prosjekter på helsefeltet som ellers ikke ville kunne la seg realisere. Jeg synes det er trist hvis disse ikke får den muligheten i framtiden. Det blir replikkordskifte. Som også innlegget fra representanten fra Venstre og replikkordskifte. Som også innlegget fra representanten fra Venstre og forslaget viser, har det i denne saken oppstått en debatt, og det framkommer påstander der det reises tvil om vurderingene knyttet til eierskapet og den fastsatte verdien av spillet fra departementets side er rett. Komiteen har ingen grunn til å mene at regjeringen her ikke har gjort har gjort riktige vurderinger, men vi er opptatt av at ting skal være rett, og jeg vil at statsråden skal bekrefte for Stortinget i dag at vurderingene som her er gjort i saken, er gjort på rett grunnlag og står seg. Det er spesielt to forhold som har vært framme, som det er uenighet om. Det ene gjelder selvfølgelig eierskapet, og det andre gjelder prosentenheten, hvor mye de bør få. Jeg har lagt til grunn at Norsk Tipping og ExtraStiftelsen eier spillet i fellesskap, og Jeg har lagt til grunn at Norsk Tipping og ExtraStiftelsen eier spillet i fellesskap, og jeg har basert dette på særlig to forhold. I henhold til avtalen mellom ExtraStiftelsen og Norsk Tipping har disse to felles eierrådighet til spillet. Det andre forholdet er at ExtraStiftelsen i egne årsmeldinger i tidligere år har lagt til grunn at spillet eies av stiftelsen og Norsk Tipping i fellesskap og med lik eierandel. eierandel. Jeg registrerer nå at det er konflikt om eierskapet, og det må jeg bare ta til etterretning. Jeg må også si overfor Stortinget at det er rettsapparatet som må ta stilling til en eventuell konflikt mellom Norsk Tipping og ExtraStiftelsen om eierskapet til lotteriet, det er ikke noe som departementet kan avgjøre. Når det gjelder hvordan vi har kommet fram til hvor mange prosentenheter ExtraStiftelsen skal ha, har utgangspunktet vært å gi ExtraStiftelsen noenlunde samme uttelling som de har i dag, og at det i nevneverdig grad ikke skulle gå ut over andre typer formål.

få innsikt i saken all den tid den ene aktøren er en privat aktør og den andre er unntatt offentlighet. Det burde ligge til statsrådens departement å gjøre de vurderingene knyttet til eierskap. At det nå er en debatt om saken i Stortinget, synes jeg mildt sagt er uheldig – at vi går ned i spagat med en uavklart situasjon. Det er at vi går ned i spagat med en uavklart situasjon. Det er nettopp det som gjør at diskusjonen om vederlag og andel også blir komplisert. I hvilken grad har statsråden vurdert å bruke andre enn operatøren Norsk Tipping i dette tilfellet til å vurdere

dette spillet. Dette er en rettslig avtale som de har skrevet under på begge to. Det andre forholdet er at ExtraStiftelsen inntil nylig har hevdet det samme i mange årsmeldinger, at spillet Extra eies av ExtraStiftelsen og Norsk Tipping i fellesskap og med lik eierandel.

overdra eller gjøre en faktisk transaksjon, som i dette tilfellet. Ingen er uenig i at spillet Extra skal inn under Norsk Tipping. Kompensasjonen for eierskiftet er den ene diskusjonen, den andre er i hvilken grad prosentsatsen skal være en del av det vederlaget. vederlaget. Når den ene parten vurderer verdien til 600 000 kr og en annen aktør vurderer den til oppimot 5 mrd. kr, er det en betydelig forskjell. Norsk Tipping har tatt en avgift fra Extra-spillet på 93 mill. kr, som er en markedsavgift ingen andre spill har.

og idretten skal ha 64 pst. av disse, er det ingen tvil om at det er de andre formålene – idrett og kultur – som kommer aller mest gunstig ut av at en legger Extra-spillet inn under Norsk Tipping. Diskusjonen om 6,4 eller 7,7 er ganske relevant når det gjelder hva som skal gå til helseformålene. Det er her vi hevder at tar penger fra helseformålene og styrker idretts- og kulturformålene. Vi synes det er uheldig. Så er det anledning til å endre prosentandelen på et senere tidspunkt, og det ligger altså til Stortinget å sette prosentandelene. Det er leit at vi kommet i denne diskusjonen, og at bl.a. tida gjør at vi får en for dårlig saksbehandling og setter aktører i en vanskelig situasjon. En har satt Extra-spillet og dets eiere i en situasjon der en knapt har noe annet valg enn å godta betingelsene som er satt. I denne saken ligger ikke all makt i denne sal, den ligger foran og utenfor denne sal. Det er tilforlatelig å tenke at en her har tatt utgangspunkt i hva som tjener idretten og kulturen, og dernest tilpasset det øvrige til helse- og rehabiliteringsformålene. og rehabiliteringsformålene. Når det gjelder prosentsats, har vårt utgangspunkt vært at løsningen skulle gi Extra noenlunde samme uttelling som i dag, dvs. at det ikke i nevneverdig grad skulle gå ut over andre formål. Siden 2008 har utbetalingene til 6,57 pst. av Norsk Tippings totale overskudd. En andel på 6,4 pst. ligger altså i øvre del av sjiktet som andelen til spillet har utgjort av samlet overskudd de senere årene. På kort sikt vil denne løsningen derfor gi ExtraStiftelsen noenlunde samme uttelling som i dag. For øvrig er det en langsiktig trend at tallspill som Extra blir gradvis mindre populære, dvs. at de faller i omsetning. Samtidig forventer Norsk Tipping en økende totalomsetning de nærmeste årene som følge av en forventet vekst i andre typer spill i porteføljen. Det betyr at det på sikt antakelig vil være en fordel for ExtraStiftelsen at utbetalingene blir knyttet opp til Norsk Tippings samlede overskudd, ikke bare til overskuddet til tallspillet Extra, slik vi faktisk har det i dag. En kort kommentar til dette med operatørgodtgjørelsen, siden siste taler var inne på det. ExtraStiftelsen har etter en forretningsavtale de selv har inngått, fram til nå vært med på å finansiere Norsk Tippings omfattende markedsapparat, som etablering av merkenavn, kundegrunnlag, kontakter osv. Andre formål som mottar midler fra Norsk Tippings overskudd, dekker også slike typer utgifter. Forskjellen er imidlertid at ExtraStiftelsen som en privat aktør har hatt en egen avtale med Norsk Tipping hvor deres andel har vært spesifisert. Øvrige aktører mottar det som utgjør Norsk Tippings overskudd etter at alle utgifter, inkludert utgifter til markedsapparatet, er trukket fra. Det er altså feilaktig å kalle dette en avgift, slik som ExtraStiftelsen gjør. Det er snakk om et bidrag til driften av Norsk Tippings markedsapparat samt en kompensasjon for at Norsk Tipping må ta hensyn til en privat aktørs spill i sin portefølje.

tok
5. Denne saken dreier seg om en lovendring av universitets- og høyskoleloven. Det vi snakker om, er en endring som gjelder fremgangsmåten ved oppnevning av eksterne styremedlemmer ved statlige høyskoler. Lovforslaget er tidligere beskrevet i Meld. St. 18 for 2014–2015 Konsentrasjon for kvalitet – Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren, som vi behandlet her i Stortinget før sommeren. sommeren. Dette lovendringsforslaget i universitets- og høyskoleloven er ett av flere forslag som ble beskrevet i strukturmeldingen, og det er fremmet nå fordi det er viktig å få på plass dette før oppnevning av nye styrer fra 2016. Jeg vil takke komiteen for godt samarbeid og effektiv I proposisjonen foreslås det at Kunnskapsdepartementet skal oppnevne samtlige styremedlemmer til styrene ved de statlige høyskolene. Det betyr at fylkeskommunene ikke lenger skal oppnevne to eksterne styremedlemmer, slik gjeldende ordning legger til grunn. Etter forslaget skal institusjonene selv fremme forslag til eksterne styremedlemmer, og så skal departementet foreta oppnevningen på fritt grunnlag. fritt grunnlag. Det er et bredt flertall som stiller seg bak den foreslåtte endringen, fordi vi mener det vil gi en mer helhetlig vurdering av et samlet kompetansebehov ved styrene til de statlige høyskolene. Det er også et poeng å understreke at den nåværende ordningen, der fylkeskommunene har oppnevnt to av styremedlemmene, ikke har fungert hensikten. Når det er sagt, vil jeg si at det er ingen tvil om at universiteter og høyskoler har en sentral rolle i å bidra til regional utvikling og verdiskaping, og det er en forventning om at institusjonene tar dette ansvaret på alvor. Det er også verdt å nevne i denne saken at det store flertallet av høringsinstansene stiller seg positive til de foreslåtte endringene. endringene. Lovendringsforslaget som vi skal vedta her i dag, innebærer i tillegg et forslag om at det skal oppnevnes numeriske varamedlemmer til styret, og det er en samlet komité som slutter seg til denne delen av regjeringens forslag.
dette ta opp

Senterpartiet mener det er veldig viktig at den regionale tilknytningen videreføres, og at fylkeskommunen som regionalt folkevalgt nivå med bl.a. ansvar for kompetanse fortsatt har formell innflytelse på representasjonen i styrene i de resterende statlige høgskolene og i de nye universitetene med de nye Senterpartiet mener en videreføring av ordningen med at fylkeskommunen oppnevner eksterne styremedlemmer, ville ivaretatt en regional tilknytning. Vi registrerer imidlertid at det er et stort flertall som støtter regjeringas forslag om at det er departementet som skal utnevne samtlige eksterne styremedlemmer. Vi tar det til etterretning, men vi mener fortsatt at fylkeskommunen i så fall burde hatt ansvar for å komme med forslag til kandidater på aktuelle styremedlemmer fra sin region. Jeg tar med dette opp forslaget fra Senterpartiet og SV. Representanten Anne Tingelstad Wøien har tatt opp det forslaget hun refererte til. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 6. Etter at det var ringt til votering, uttalte Da er Stortinget klar til å gå til votering.
ha

Da er Stortinget klar til å gå til votering. Under debatten er det satt frem i alt 17 forslag. Det er forslagene nr. 1, 5 og 6, fra Anette Trettebergstuen på vegne av Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti forslagene nr. 2–4, 7–10 og 12, fra Anette Trettebergstuen på vegne av Arbeiderpartiet forslagene nr. 13–15, fra Anne Tingelstad Wøien på vegne av Senterpartiet forslag nr. 16, fra Kjersti Toppe på vegne av Senterpartiet forslag nr. 17, fra Torgeir Knag Fylkesnes på vegne av Sosialistisk Venstreparti Presidenten gjør oppmerksom på at forslag nr. 11, fra Arbeiderpartiet, ikke ble tatt opp. Det voteres over forslag nr. 17, fra Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder: «Stortinget ber regjeringen i løpet av 2016 legge frem en plan for hvordan realisere Stortingets vedtak om kvalitet, bemanningsnorm og pedagognorm i barnehagene.» Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget. Det voteres

fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre. Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet at de støtter forslaget. Det voteres over komiteens innstilling til I og II. Det

Det voteres så over komiteens innstilling til resten av I og II. Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet. Lovvedtaket vil bli ført opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget. Under debatten er det satt frem ett forslag fra Anne Tingelstad Wøien på vegne av Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder: «Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag